Før vi går til votering, har presidenten oppfattet det slik at representanten Grung ønsker en stemmeforklaring til sak

dette blir

satt opp til andre gangs behandling i et senere møte i Stortinget. Under debatten er det satt frem fem forslag. Det er forslagene nr. 1 og 2, fra Audun Otterstad på vegne av Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet forslagene nr. 3–5, fra Audun Otterstad på vegne av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti Forslagene nr. 4 og 5, fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og

Miljøpartiet De Grønne har varslet at de subsidiært vil stemme for forslaget. SV har varslet at de vil stemme imot forslaget. Det voteres

forslag nr. 2, fra Olaug V. Bollestad på vegne av Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti forslag nr. 4, fra Ruth Grung på vegne av Arbeiderpartiet forslag nr. 5, fra Rasmus Hansson på vegne av Miljøpartiet De Grønne Presidenten gjør oppmerksom på at Arbeiderpartiet har gått ut av fraksjonen i forslag nr. 2, og at forslag nr. 3 ikke ble fremsatt. Det voteres først over forslag nr. 5, fra Miljøpartiet De Grønne.

er dermed bifalt ved andre gangs behandling og blir å oversende Kongen i overensstemmelse med Grunnloven. Det foreligger ikke noe referat. Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Trine Skei Grande

å kaste ut barn som hadde bodd lenge i Norge, ble det sagt av Solberg-regjeringa at mens man ventet på nye regler for de lengeværende barna, skulle man ikke prioritere den gruppa som hadde vært her lenge. Noen utkastelser gjorde at Venstre og Kristelig Derfor sendte representanten Iselin Nybø et spørsmål til justisministeren den 3. oktober i år og fikk følgende svar den 8. oktober samme år: «Det er ikke gitt noen politiske føringer om at lengeværende asylbarn skal prioriteres for uttransport.» Likevel ønsket Venstre å løfte denne saken i der statsråden var til stede, og den 6. oktober 2014 ble det samme spørsmålet stilt i denne salen. Da sa statsråden: «Jeg er veldig glad for det spørsmålet – det har vi ikke gjort.» vi ikke gjort.» Og videre sa han: «Vi har gjort det om, på den måten at det ikke er de som har vært lenge, som skal prioriteres, men barnefamilier generelt, slik at en får en sammenheng mellom vedtakstidspunkt og utsendelse, for at man skal unngå situasjoner hvor barn blir værende veldig lenge i Norge. Men det er altså ikke sendt noen signaler fra regjeringens side som skal bety at en skal prioritere lengeværende barn for at man skal kunne sende dem raskere ut i forkant av et regelverk. Det mener jeg også ville vært en uakseptabel opptreden i forhold til den avtalerelasjonen som regjeringen har med Venstre og Kristelig Folkeparti.» Det sa statsråden i denne sal. I dag har vi gjennom Bergens Tidende blitt gjort kjent med at dette er feil. Både i disponeringsskrivet for politi- og lensmannsetaten i disponeringsskrivet for Politiets utlendingsenhet, som faktisk håndhever dette, er det i 2014 ikke gjort de endringene som statsråden i sitt svar til oss påstår at han har gjort. Mitt første spørsmål er: Hvordan forklarer statsråden at hans eksplisitte politiske føringer om å reversere den rød-grønne regjeringas prioriteringer om utsendelse av lengeværende asylbarn ikke har nådd fram til Justisdepartementets underliggende direktorat og etater som fatter vedtak om effektuering av utkastelse? Mitt andre spørsmål er: Betyr det at barn som ville falt inn under et nytt regelverk, nå har blitt sendt ut på grunn av dette? Og kan statsråden forsikre oss om at det ikke har skjedd? Mitt tredje spørsmål er: Betyr det at barn også framover kan stå i fare for å bli sendt ut på grunn av at dette ikke har blitt endret, og hvordan kan statsråden forsikre oss om at det ikke skjer igjen? Kl. 15.45 i dag i Bergens Tidende

I tildelingsbrevet for 2014 gjorde departementet en viktig endring i hvordan politiet skal prioritere blant de som skal transporteres ut av landet fordi de ikke har lovlig opphold. Når det gjelder forholdet til barn, var det tidligere slik at lengeværende barn skulle prioriteres. Fra 2014 endret vi det, slik at det fra 2014 er saker som omhandler barn generelt, som skal prioriteres, men ikke med vekt på saker som involverer lengeværende barn. Bakgrunnen for dette er at vi arbeider med nye retningslinjer for utsendelse av lengeværende barn, sammen med Kristelig Folkeparti og Venstre. Det skulle da ikke være slik at vi skulle prioritere å sende ut barn som kunne bli omfattet av nytt regelverk i større grad enn andre uten lovlig opphold. Underliggende etater skal følge opp instruksjonen i tildelingsbrevene i egne disponeringsskriv som går videre til direktoratets underliggende virksomheter. Det er i dette skrivet det ser ut til å ha oppstått en feil, ved at Politidirektoratet ikke har fulgt opp endringen som skal gjelde fra 2014, men benyttet formuleringen fra 2013, fra den forrige regjeringen. I tildelingsbrevet for 2014 står det følgende: «Det er et mål at personer uten lovlig opphold returnerer raskt, og primært med assistert retur, men om nødvendig med tvang. Følgende prioritering skal ligge til grunn for arbeidet med tvangsreturer: Utviste straffedømte. Personer som skal returneres i henhold til Dublin forordningen. Utlendinger med avslag som ikke har fått utsatt iverksettelse. Saker som omfatter barn skal prioriteres.» Dette er i samsvar med den informasjonen som jeg har gitt i Stortinget, og som representanten Skei Grande uttrykte. I disponeringsskrivet fra Politidirektoratet til politidistriktene PU står det følgende om barn: «Saker som omfatter barn som har oppholdt seg lenge i Norge uten tillatelse skal prioriteres.» Jeg har ansvaret for alt som skjer i mine underliggende etater, og jeg har i dag bedt politidirektøren komme for å forklare hva som har skjedd, hvordan det har skjedd, og hvilke praktiske konsekvenser det har hatt. I tillegg skal den føringen vi har lagt til grunn for

men det vil bli undersøkt på en grundig måte. I henhold til § 54 andre ledd i Stortingets forretningsorden vil presidenten åpne opp for en kort kommentarrunde, der hver partigruppe har anledning til å ta ordet. De som ønsker å ta ordet, har en taletid på inntil 3 minutter. Deretter vil spørreren og statsråden kunne komme med kommentarer, og de får også en taletid på inntil 3 minutter.

til Politiets utlendingseining. Det er den bruksrettleiinga dei skal følgje opp, og ho har altså ikkje vore i tråd med dei tydelege lovnadane som er komne frå denne talarstolen, og som òg har vore dei politiske signala. Eg er derfor glad for det justisministeren seier her, at det er uakseptabelt, og at det har kome ei orsaking. Så står det om dette har betydd noko, fått konsekvensar for enkeltsaker. Eg er òg glad for det justisministeren seier her, at det vil bli gjort eit arbeid for å få klarlagt dette. På det noverande tidspunktet er det ikkje klarlagt. Eg vil også takke presidenten for moglegheita til å ta opp denne saka. Me veit at det som no har skjedd, kan ha hatt betyding. Me veit at tanken nettopp var at dei lengeverande asylbarna ikkje dei lengeverande asylbarna ikkje skulle bli prioriterte til utsending. Men dessverre kan nettopp det ha skjedd. Derfor var det viktig at me no fekk denne runden her, og eg vil vel tru at i den dialogen som no har vore mellom Politidirektoratet og justisministeren i løpet av dagen, har det iallfall blitt tydeleg klarlagt kva føringar som gjeld på dette området. Jeg er

justisministeren ennå ikke har rukket å ha møte med politidirektøren om denne saken. Men på hjemmesidene til politiet, på politi.no, står det nå at Politidirektoratet beklager at styringssignal som omhandler asylbarn, ikke ble videreformidlet til etaten. Da blir det naturligvis viktig å komme til bunns i hvordan dette kunne skje. Jeg har på vegne av Høyre full tillit til at justis- og beredskapsministeren bidrar til at styringssignaler og tildelingsbrev blir fulgt. Jeg regner med at justisministeren får en forklaring – om den er god, vet jeg ikke, det gjenstår å se – på hva som har skjedd i denne saken. Jeg synes det er bra at det er mulighet også for Stortinget til å gi et signal om at det at tildelingsbrev ikke blir fulgt, er uakseptabelt. Det er helt åpenbart at den avtalen som er

umiddelbart. Det har allerede fått den konsekvens at det er iverksatt tiltak på feltet, og også at politidirektøren må svare for justisministeren. Det som også er viktig, er at vi nå må sørge for å få på plass det endelige regelverket knyttet til de lengeværende asylbarna.

Justisministeren har også tidligere fra Stortingets talerstol – som det ble nevnt av representanten Skei Grande – forsikret om at retningslinjene er blitt endret etter ordre fra ham. Nå ser vi altså at de som effektuerer politikken på dette området, mener at de ikke har fått endrede retningslinjer å forholde seg til, så her har det vært behov for avklaring, og det er nok sjelden vi ser en så tydelig beklagelse fra Stortingets talerstol som den vi så nå, og det synes jeg er prisverdig. det er nok sjelden vi ser en så tydelig beklagelse fra Stortingets talerstol som den vi så nå, og det synes jeg er prisverdig. Så er det et par, tre spørsmål som det kanskje kunne ha vært interessant å få litt mer klarhet i. Det ene er at hvis dette dreier seg om tildelingsbrevet, så vil det vanligvis sendes ut i starten av et år, og jeg er ikke kjent med hvor lang tid det tar før man da får det følgende disponeringsskrivet. Men hvor lang er den perioden vi her snakker om? Det Så det er jo også et spørsmål om statsråden jevnlig kontrollerer om en del av de endrede politikksignalene som sendes ut, blir fulgt opp. Det ville iallfall ikke ha vært helt unaturlig. Det tredje er sjølsagt at alle partene kanskje kunne være tjent med at den lovede forskriften nå blir vedtatt. Jeg synes at det her kom en redegjørelse som iallfall tyder på at det nå vil skje saker og ting fra regjeringens side på dette området. Jeg registrerer justisministerens beklagelse. Han understreker at det er

grundigere inn i saken for å se hvordan dette har blitt fulgt opp av regjeringen og statsråden over tid. Dette er ikke en debatt eller en sak som har dukket opp i dag. Sist, men ikke minst, er det viktig at framtidig politikk blir avklart. Helt siden samarbeidsavtalen mellom regjeringspartiene, Kristelig Folkeparti og Venstre ble undertegnet i fjor, har det vært ulike fortolkninger av innvandringspolitikken. Hvorvidt dette er å forstå som en innstramming eller en liberalisering, er også viktig raskt å få avklart, slik at de menneskene det gjelder, vet hva de har å forholde seg til i framtiden. Jeg vil takke både Venstre og Kristelig Folkeparti for

utsendelse. Men vi har vært veldig glade når statsråden, Venstre og Kristelig Folkeparti har forsikret oss om at reglene er endret, og at man nå ikke lenger skulle fokusere på de lengeværende barna ved utsendelse. Det er ikke så veldig lenge siden vi fikk nye tall fra september.

Hva skjer med de barna som kunne ha fått opphold, og som nå kanskje er sendt ut? Det er slik at man ikke har forsikret seg om at barn som kom inn under engangsløsningen, fikk saken sin behandlet – mange har ikke fått det – og nå har man sendt ut flere, og man har fremdeles ikke et regelverk på plass fordi den avtalen Venstre og regjeringen, har passuser om innstramming. Statsråden innrømmet også i trontaledebatten at den ikke er i tråd med intensjonene i avtalen, ergo må passusen om at foreldrene har samarbeidet, f.eks., ut, eller så er det en reell innstramming. Derfor mener SV at disse sakene nå må stilles i bero, og fordi det dessverre er slik at Stortinget har stemt ned SVs forslag om dette, senest i trontaledebatten, er det nå opp til Kristelig Folkeparti og Venstre å forhandle med regjeringen om at disse sakene nå stilles i bero inntil vi får et nytt regelverk på plass. Det er det eneste riktige som kan skje nå, og jeg forventer at det blir gjort. Da er vi ferdige med kommentarrunden, og presidenten gir igjen ordet til

presidenten. Så vil jeg takke statsråden for at han tar det på så stort alvor. Men min utfordring framover er om dette betyr at det er gjort mange feil i utsendelsene, og at man ikke har fått strammet opp dette for framtida heller. Det er bekymringsverdig at det mest omtalte punktet i et tildelingsbrev, det punktet i tildelingsbrevet som både statsminister og justisminister står og garanterer for i stortingssalen, ikke når fram til underliggende etater. Det gir grunn til bekymring. Men mitt engasjement er knyttet til de konkrete ungene og de følgene en sånn feil faktisk kan ha hatt for livene til mange av dem. Det hadde jeg ikke forventet at justisministeren kunne redegjøre for nå, men jeg forventer at justisministeren skal kunne redegjøre for det så fort han har gått gjennom sakene sammen med

helt utvetydige i det tildelingsbrevet som Justis- og beredskapsdepartementet har sendt til Politidirektoratet. Jeg kan forsikre om at vi skal være enda tydeligere når det er behov for det, det har vi jo sett i denne saken, og at vi skal følge opp underliggende etaters oppfølging av tildelingsbrevene. Tildelingsbrevene er det fundamentale styringsdokumentet fra et departement til underliggende etater. Det går altså ut i starten av året, og disponeringsskrivene går ut kort tid deretter. Dette har altså vært en politisk føring hvor Politidirektoratet har fulgt føringene fra den forrige regjeringen, og ikke endret dem, slik de skulle ha gjort etter det nye tildelingsbrevet. Som jeg gjorde rede for, tar jeg dette på det største alvor. Jeg er glad for at også Kristelig Folkeparti og Venstre har gitt meg anledning til å gjøre rede for det som er fakta i saken, og anledning til å vise at vi tar dette på det dypeste alvor, også for det som skal gjelde fremover. Når det gjelder spørsmålene om avtalen mellom Kristelig Folkeparti og Venstre og fremtidig regelverk, så er også vi helt på det rene med at det må komme raskest mulig. Dermed er denne spørsmålsrunden over. Er det andre som ønsker ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.